2 de siste ukene, og det finnes mange, mange flere. Det var Markus på ni år som lider av en livstruende muskelsykdom, og ikke kan forvente et langt liv. Kun 1 pst. med denne sjeldne muskelsykdommen blir over ti år gamle. Allikevel mener Nav at Markus ikke er svært alvorlig syk, og nekter derfor å gi pleiepenger til mor. Han trenger imidlertid oppfølging døgnet rundt, han trenger kontinuerlig tilsyn. Moren er nå fratatt pleiepenger, slik at hun ikke lenger kan være hjemme hos sønnen sin som avhengig av respirator og pleie døgnet rundt. I avslaget fra Nav heter det at Markus lider av en varig tilstand, og at gutten ikke er alvorlig syk, til tross for at Markus' fastlege er uenig og mener at Nav feiltolker regelverket. Dette er ett eksempel som gjør sterkt inntrykk. Jeg har også lyst til å et annet eksempel. I 2003 ble det etter politisk beslutning bestemt at de som har behov for intensiv behandling eller trening og rehabilitering, skal få tilbud om dette i spesialisthelsetjenesten med mulig støtte etter folketrygdloven § 5-22. De foreldre som i dag har rett til pleiepenger for å delta og legge til rette for intensiv trening og rehabilitering, har fått beskjed om at retten til pleiepenger opphører fordi Nav Forvaltning har gjort en ny fortolkning av pleiepengeordningen. Denne nye fortolkningen skjer uten at det har vært noen politisk behandling. En far skrev til meg senest i går at han nå må si opp jobben som doktorgradsstipendiat for å trene barnet sitt. Han sier det er trist å måtte gi opp og avslutte karrieren. Når valget står mellom egne barn og karriere, er det et enkelt valg. Men det medfører at denne familien sitter med én inntekt fordi han ikke får pleiepenger. Jeg har jobbet mye med disse sakene helt siden 1998. Det er ikke tvil om hva som har vært Stortingets intensjon med støtte og bistand til disse barna og foreldrene. Vi mener at den nye fortolkningen og praksisen i særlig grad rammer de familiene som har basert seg på og tilpasset seg disse ytelsene. En konsekvens av omleggingen vil bety at det etablerte treningsprogrammet må opphøre, fordi de familiene som er i fullt arbeid, ikke vil klare å forsørge familien. Dette vil føre til et dårligere tilbud til barna, og i mange tilfeller behov for mer kostnadskrevende tilbud i kommunene. Dette dreier seg om foreldre – det vi nå snakker om som dag og natt, år etter år, gjør en enestående innsats for sine barn. Konsekvensen er at de nå, som en mor sa, rett og slett må gi opp sine livsviktige prosjekter for å hjelpe sine alvorlig funksjonshemmede barn til et deltakende, verdig og ikke minst et lærende liv. Vi driver ikke med politikk for å forsvare systemer, men for å legge til rette for ordninger slik at mennesker kan få leve gode og verdige liv. det blir kun de familiene som har god økonomi – der en forelder har muligheten til å være hjemme – som vil klare denne oppgaven, er det en utvikling som Høyre absolutt ikke ønsker. Mange av disse barna vil bli dårligere gjennom å miste sitt tilrettelagte treningstilbud, som igjen vil kunne utløse større kostnader ved sykdom. Hva disse barna vil tape rent personlig, er ikke målbart i penger. Jeg håper at statsråden inntil hun har mulighet til å legge fram nye forslag for Stortinget kan sørge for at disse foreldrene får gode tilbud, får forsvarlige tilbud, og at familien har mulighet til å ta vare på barna sine slik de ønsker. Den reglementsmessige tiden for formiddagens møte er øyeblikkelig over. Presidenten vil foreslå at dette møtet fortsetter inntil dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. Først takk til interpellanten som har teke initiativ til ein viktig debatt. Senterpartiet har tradisjonar for å vera ein pådrivar for ordningar som byggjer opp under familiebasert og frivillig omsorg, slik som omsorgsløn. Med den demografiske utviklinga, med dobbelt så mange over 67 år i 2050, fleire med livsstilsjukdomar og eit høgt rekrutteringsbehov innan pleie og omsorg, vil vi i framtida vera endå meir avhengige av la i fjor haust fram si innstilling. Utvalet foreslår ei utvida pleiepengeordning med inntil 20–50 pst. pleiepengar til foreldre med barn under 18 år som har alvorlege og varige lidingar. Dei foreslår ein ny og forsterka kommunal omsorgsstønad, og dei foreslår å lovfesta pårørandestøtte i kommunane. Eg meiner at forslaget om pårørandestøtte fortener merksemd. Dette forslaget omhandlar pårørandekontakt, altså ein avtale mellom kommunen og den pårørande

læremiddel og læringsprogram for pårørande, og at frisklivssentralane må få kunnskap om pårørande si sårbarheit i forhold til fysisk og psykisk helse for å målretta førebyggjande tiltak. Senterpartiet meiner dette er gode forslag frå Kaasa-utvalet. Vi merkar oss òg at det er ein del motstand mot dei foreslåtte endringane i pleiepengeordninga, og meiner at det no er viktig å høyra på alle desse høyringsfråsegnene som kjem inn til Kaasa-utvalet sin rapport, og at dei tek endeleg stilling til innretninga etter dette. Så vil eg retta merksemda mot ein annan NOU, Innovasjon i omsorg. Denne utgreiinga tek òg til orde for ein ny politikk for dei nærmaste. Ein peiker på at to av framtidas største utfordringar vil vera mangel på både arbeidskraft og frivillige omsorgsytarar. Samfunnet ville ikkje ha gått rundt utan den frivillige og i hovudsak familiebaserte omsorga. Dei skriv at om lag 100 000 årsverk i dag blir utførte av pårørande og er avgjerande både for velferd og verdiskaping. Også dette utvalet vil setja ein ny pårørandepolitikk på dagsordenen med tre overordna mål: Omsorgsarbeidet som pårørande utfører overfor nære familiemedlemer, må bli synleggjort og verdsett som ein viktig del av det samla tilbodet av omsorgstenester.

blir ein naturleg og integrert del av faget. I fagutviklingsarbeid og utdanning må dette få ein viktigare plass enn i dag. Eg meiner at begge desse NOU-ane, altså Kaasa-rapporten og Innovasjon i i helse- og omsorgspolitikken vår som det er viktig å få til. Eg har heilt til slutt lyst til å sitera noko som eg fann på innsida av Innovasjon i omsorg. Det er nokre ord skrivne av Kate Næss i Blindgjengere frå 1969, som heiter På sporet. Dei lyder sånn: «Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke så langt herfra Den

finnes ikke så langt herfra Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjertet forstår» Denne viktige debatten dreier seg om familier hvor et av barna har særlig store pleie- og omsorgsbehov. Saken handler dermed altså om enkeltmennesker. Ofte sier vi stortingsrepresentanter at vi ikke kan gå inn i enkeltsaker. Det er korrekt. Det er ikke vi som er saksbehandlere – heldigvis. Vi er lovgivere og skal vedta regelverket. Likevel er det nettopp enkeltsakene som forteller oss om regelverket som vi vedtar, fungerer etter intensjonene. Vi har den senere tid sett flere eksempler på familier som blir stilt i meget vanskelige situasjoner når de ikke får fornyet sine pleiepenger – sist nå om Markus på TV 2-nyhetene på mandag. Vi snakker om familier som har særlig krevende omsorgsoppgaver for sine sterkt funksjonshemmede barn. Mange av disse foreldrene ønsker å følge opp barna sine så langt som overhodet mulig, i hvert fall til barna blir myndige og får sin egen bolig, hvor de kommunale tjenestene kan komme sterkere inn i bildet. Fram til barna er myndige, ønsker de at barna skal kunne bo hjemme på samme vis som sine funksjonsfriske barn. Derfor ønsker de også å ta store deler av omsorgsoppgavene Jeg har forståelse for at mange familier opplever det belastende å ha pleie- og omsorgspersonell gående inn og ut av hjemmet hele døgnet, og at dette også er en av begrunnelsene for at de ønsker å ta store deler av omsorgsoppgavene selv mens barna er små. Ved bortfall av pleiepenger kommer mange av disse familiene i økonomiske vanskeligheter. De får rett og slett problemer med å håndtere sine økonomiske forpliktelser og forsørge Et eksempel er en mor jeg kjenner fra mitt hjemsted. Hun hadde 14 000 kr i måneden i pleiepenger for å ha hovedomsorgen for sin funksjonshemmede datter. Etter at hun ikke fikk fornyet denne stønaden, er hun tildelt 6 000 kr i omsorgslønn fra kommunen. Reduksjonen i den offentlige stønaden har gjort at familien bl.a. har måttet be banken om utsettelse på huslån. den offentlige stønaden har gjort at familien bl.a. har måttet be banken om utsettelse på huslån. Denne situasjonen vil etter morens utsagn sannsynligvis resultere i at hun må ta seg vanlig arbeid, og at de må sette bort omsorgen av datteren til kommunen. Og det er ikke det familien ønsker nå når datteren fortsatt er mindreårig. De ønsker å være mest mulig sammen Jeg er glad for at regjeringen, med helse- og omsorgsministeren og arbeidsministeren i spissen, gjør et grundig og godt arbeid for å se på de sammensatte behovene og utfordringene som disse familiene har, inkludert de økonomiske utfordringene det å ha et sterkt funksjonshemmet barn, innebærer. Jeg er fornøyd med at Kaasa-utvalgets enstemmige utredning nå er ute på høring. Der får vi belyst konsekvensene av utvalgets forslag, inklusiv konsekvensene forslagene får for de familiene som har sterkt funksjonshemmede barn. Helse- og omsorgsministeren varslet i sitt hovedinnlegg at regjeringen etter høringen vil komme tilbake til Stortinget med de løsningene regjeringen mener er nødvendige. Det er bra, og jeg ser fram til at det kommer til Stortinget. Naturlig nok tar dette grundige arbeidet tid. Det har jeg som stortingsrepresentant stor forståelse for. Vi kan ikke forhaste oss i grundige, viktige prosesser. Men samtidig har jeg også forståelse for at flere av de aktuelle foreldrene synes det tar for lang tid. Fram til vi får de avklaringene som helse- og omsorgsministeren skisserte i sitt innlegg, vil kanskje noen av foreldrene se seg nødt til å sette bort omsorgen av sine barn til det offentlige, slik at de kan ta seg vanlig arbeid for å forsørge sin familie. Det Det vil være den direkte konsekvens av at de har mistet sine pleiepenger. Som folkevalgte har vi alle en drivkraft for vårt engasjement. Jeg ønsker helt til slutt å referere en læresetning jeg har med meg fra en god partifelle, som for øvrig også har vært stortingsrepresentant. Han heter Ottar Kaldhol og er fra Ulstein kommune i Møre og Romsdal. Han sier:

som er alvorlig syke eller har nedsatt funksjonsevne. Etter min og Kristelig Folkepartis mening blir det å snu debatten på hodet. Derfor vil jeg begynne innlegget mitt med å slå fast noe som jeg mener er avgjørende, og som er viktig å presisere gang på gang. Det er at alle mennesker har like stor verdi og en like unik egenverdi. For Kristelig Folkeparti har kampen mot et sorteringssamfunn både før fødselen og også etter fødselen alltid vært viktig. viktig. Derfor trenger vi gode ordninger som kan tilrettelegge for at foreldre kan ta vare på barna sine på en god måte. Barn som har nedsatt funksjonsevne, eller som er alvorlig syke, og deres familier, må som alle andre få lov til å leve slik de selv ønsker. Kristelig Folkeparti ønsker et mangfoldig samfunn der vi har plass til alle. Da påligger det oss også et stort ansvar som samfunn å tilby nok hjelp og støtte til de foreldrene som får barn med nedsatt funksjonsevne eller på andre måter krever litt ekstra. Dette er et tema som vi har diskutert opptil flere ganger. Som representanten Graham viste til i sitt innlegg, var det et felles representantforslag som omhandlet pleiepenger i 2010. Jeg synes hun sa det veldig godt, og jeg synes også debatten viser det veldig godt: Stortingets intensjoner bak ordningen blir ikke fulgt. Derfor vil jeg nok en gang understreke, som også flere andre har vært opptatt av, at Kaasa-utvalget, som jeg skal komme tilbake til litt senere, har høringsfrist 15. august, som statsråden pekte på, men det er mange mennesker – mange barn og deres familier – som trenger hjelpen nå.

Kristelig Folkeparti synes også det er gledelig at Kaasa-utvalget presiserer barns tilknytning til foreldrene, og at dette er begrunnelsen for at de ønsker gode ordninger for dem. Barn trenger trygge omgivelser, og foreldre kjenner sine barns behov best. Det er derfor viktig at ordningene blir tilrettelagt for den enkelte familie. Likevel vil de kutte tilskudd for dem som per dags dato får en lav kontantytelse.

funksjonshemmede og de pårørendes situasjon ved at de må forholde seg til ulike instanser. Jeg ser at tiden går fort, så jeg kan bare vise til forslaget som ligger der, og skulle gjerne omtalt også BPA-ordningen, som er en viktig ordning når det gjelder familier med funksjonshemmede barn, og at dette kan planlegges tidlig for å sikre et best mulig løp videre. På det siste halve minuttet ønsker jeg å ta opp en yrkesaktive foreldre som har behov for at litt større barn skal få en mulighet til å kunne bruke SFO. I 2007 ba et flertall i helse- og omsorgskomiteen – regjeringspartiene var også med – regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til løsninger for hvordan et tilfredsstillende skolefritidstilbud for barn med funksjonshemninger kan

og pekte på likestilling og arbeidsdeltakelse som motsetninger til dette. Etter mitt syn er det tvert imot. Omsorgsgoder og -byrder skal fordeles på en likeverdig måte, og verken kvinner eller menn med omsorgsoppgaver skal isoleres fra hverdagsliv, arbeid, fritidsaktiviteter og sosial omgang med hverandre. Alt henger sammen, og for Arbeiderpartiet er dette et viktig grunnlag for samfunnets evne til verdiskaping og bærekraft og muligheter til å opprettholde velferdsordningene i framtida. Det er en politikk som har frigjort oss fra privatomsorgens svøpe, der kvinner i generasjoner var låst til ulønnede arbeidsoppgaver i hjemmet. Foreldrepermisjon, likestilling, sykelønn og retten til å være hjemme med tyngende omsorgsoppgaver er slik politikk i praksis. Her er det politiske forskjeller. Høyres og Fremskrittspartiets politikk er etter Graham var også inne på en annen side i sitt innlegg, at man skulle være raus. Det kan jeg være enig i. Så pekte hun på forhold som kunne oppfattes som motsetninger til raushet og til barnets behov. Likestilling og arbeidsdeltakelse var forhold hun trakk fram. Er dette motsetninger? Ikke i mitt hode. Likevel vil Høyre kutte i sykelønnsordningene f.eks., selv om, slik som Graham pekte på, på, økt sykelighet er et av resultatene for pårørende i familier som har tyngende og alvorlig lidelse i sin midte. Regjeringen vil at familier med behov for fellesskapets støtte skal møtes med helhetlige, rettferdige og forutsigbare løsninger som holder over år. Vi vil ikke lappe på noe her og noe der. Utfordringene må ses i en større sammenheng, på sikt, også for Endringene som skjer innen behandling, teknologi og medisinsk utvikling, krever bedre samordning og ny og grundig vurdering. Dagens regler fungerer ikke godt nok, og derfor må de fornyes – ikke stykkevis og delt, men helt. Tidsaspektet har vært tatt opp, og jeg er enig i at det har tatt lang tid. Det er lang tid for foreldre som slites i hverdagen mellom det å være gode omsorgspersoner og det å ha en stressende og krevende hverdag. Det er også langt fram. I mellomtida forventer jeg at ledelsen innenfor helsetjenesten, kommunene og Nav samarbeider godt når det gjelder disse familiene, og at de tar på alvor den økte belastningen som disse familiene har i sin hverdag. De bør og må etter mitt syn sette alle ressurser inn på å hindre at familiene blir kasteballer, og at saksbehandling tar lang tid. Jeg er trygg på at de forslagene som er på høring, og de forslagene som kommer under høringen, vil danne grunnlag for helhetlige svar på utfordringene som Graham tar opp i interpellasjonen. Det er viktig politikk, også med tanke på de momentene som Toppe var inne på i de momentene som Toppe var inne på i sitt innlegg, nemlig at pårørende spiller en viktig rolle, og ikke minst at pårørendes opplevelser og synspunkter må tas med i vurderingen av de tiltakene som skal iverksettes. Jeg vil først takke statsråden for hennes svar og medrepresentantene for deres engasjement i saken. Jeg er glad for at dette er en problemstilling som med dette utvalgsarbeidet har

Jeg er enig i at det kan være vanskelig å debattere en sak som er på høring, men denne saken kan ikke hvile. Jeg vil minne om at jeg pekte på mye som kunne se bra ut i Kaasa-utvalgets innstilling, f.eks. pårørendestøtte, men også at jeg satte en del spørsmålstegn. Blant annet sa jeg at likestilling er viktig, men da må det være sammen med valgfrihet. Opposisjonen har snart over to perioder bedt om endringer i reglene for omsorgslønn og pleiepenger, bl.a. gjennom flere representantforslag i forrige periode og nå, og i denne perioden har en samlet opposisjon bedt regjeringen om å åpne for at også foreldre med kronisk syke barn skulle få pleiepenger. Ja, jeg har sett med økende utålmodighet etter det arbeidet som Kaasa-utvalget er en del av, og først ble avgivelsen fra utvalget utsatt, og så tok det sin tid før utvalgets innstilling ble sendt ut på høring. Det tok faktisk fem måneder fra departementet fikk innstillingen og til den ble sendt ut på høring, og da hadde jeg i mellomtiden rukket å sende skriftlig spørsmål og etterlyse dette. Så jeg håper at statsråden vil prioritere dette arbeidet i tiden som kommer. Uansett er Kaasa-utvalget en god begynnelse, og jeg ser fram til resultatene fra høringsrunden når den er avsluttet. Det sentrale punktet er etter min mening å finne fram til en løsning som vi alle kan samles om, og da blir ordet «raushet» viktig når det settes opp mot system. For er det noe disse barna og deres foreldre har behov for, er det raushet og forutsigbarhet. Derfor har vi, når den tiden kommer, en plikt til å sette oss ned sammen og finne en modell som både posisjon og opposisjon kan leve med. Det sier jeg selv om et rollebytte kan ha funnet sted innen vi kommer dit, for vi kan ikke ha en ordning som endres hvert fjerde år. For den enkelte familie handler ikke dette om utredninger eller interpellasjoner eller saksnumre, det handler om Det handler om kampen for rett diagnose, kampen for de forskjellige stønadsordningene og kampen om oppmerksomhet fra saksbehandler – ja, det er ikke alle kommuner som har koordinator. Det handler om en kamp hvis man må bygge om huset for den handikappede, det handler om kampen for å kunne

har vært oppe her, har gitt uttrykk for. Jeg er veldig enig med representanten Graham i at vi skal vise både raushet og en stor grad av imøtekommenhet når det gjelder de ulike behovene. Det er også slik at jeg hadde vært veldig bekymret hvis vi ikke hadde noen ordninger i Norge, men vi har ganske mange ordninger sånn som det er. også slik at jeg hadde vært veldig bekymret hvis vi ikke hadde noen ordninger i Norge, men vi har ganske mange ordninger sånn som det er. Så sier ikke jeg at det nødvendigvis hjelper de familiene som sliter i hverdagen, men vi har altså ganske mange ordninger også på kommunalt nivå nettopp for å kunne ivareta familier som trenger det. Noe av det viktigste som Kaasa-utvalget har foreslått, er nettopp den utvidede som ikke er tidsbegrenset i forhold til en sykdomstilstand, det er den nye omsorgsstønaden, og så er det selvfølgelig også dette som gjelder omsorgsyter, at man skal kunne få støtte, veiledning og avlastning som ansvarlig for omsorgen, og at kommunen skal gå inn i et større samarbeid. For det er nok sånn at veldig mange som yter omsorg, gjør det i en veldig ensomhet, og det er i hvert fall ikke alltid til barnets beste. Så mener jeg at de som trenger omsorg, de som kommer i en situasjon der de trenger omsorg, de må selvfølgelig få det i vårt samfunn. Og de som yter omsorg, skal også vite at samfunnet stiller opp for dem den dagen de den dagen de trenger det. Jeg har jo lagt merke til engasjementet fra Fremskrittspartiet og fra alle andre som har vært oppe her. Jeg har bare lyst til å si at når det gjelder veiledende satser, ligger jo nettopp nasjonale satser til grunn i forslaget fra Kaasa-utvalget, altså at man skal ta utgangspunkt i nasjonale satser. Så vil det Så vil det være avhengig av den enkelte, sånn som forslaget foreligger, hvor stor grad av f.eks. pleiepenger – den utvidede pleiepengeordningen – man vil gå inn i, som familie, og kombinere med yrkesaktivitet, hvis man ønsker det. Det må hele tiden legges vekt på hva den enkelte ønsker, som Kari Henriksen på slutten sa, at det må tas utgangspunkt i de pårørendes opplevelser behov. Så var det spørsmål om når vi kan legge frem en sak for Stortinget. Jeg har ingen interesse av at dette skal ta lengre tid enn det må, men vi må ha noe tid på å gå gjennom disse høringsuttalelsene, når de kommer, og konkludere på forslag. Men jeg må si at ut fra det jeg hører her, så veldig vanskelig å kunne bli enige om tiltak. Jeg tror alle er enige om at vi trenger en forenkling i regelverket, og et regelverk som kan håndteres mer likt i hele landet. Dermed er debatten i sak nr. 3 avsluttet. Da er Stortinget klar til å gå til votering

Så det er

se

forslagene nr. 8–11, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 12 og 13, fra Svein Flåtten på vegne av Høyre forslagene nr. 14–18, fra Rigmor Andersen Eide på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 19–23, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre forslagene nr. 24–26, fra Per Olaf Lundteigen forslag nr. 27, fra Arne L. Haugen på vegne av Arbeiderpartiet,

ikkje. Det

Etter samråd med både næringskomiteen og energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at saken i stedet sendes til energi- og miljøkomiteen. – Ingen stemmer imot